for representanten Anne Marit Bjørnflaten fra og med 9. februar og inntil videre. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Vararepresentanten, Martin Henriksen, innkalles for å møte i permisjonstiden. Martin Henriksen er til stede og vil ta sete.

Representanten Elizabeth Skogrand vil framsette et representantforslag.

etter modell av det britiske CEOP-senteret. Da passer det jo godt at det er den internasjonale Sikker internettdag i dag. Representanten Svein Flåtten vil framsette et representantforslag.

Jeg vil ikke fremsette ett, men faktisk to representantforslag. Det første er fra representantene Anne Karin Olli, Elisabeth Røbekk Nørve, Arve Kambe og meg selv om samfiske for kystflåten. Det andre er fra representantene Elisabeth Røbekk Nørve, Arve Kambe og undertegnede om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister mer attraktivt og konkurransedyktig. Da har representanten Svein

av de utfordringene vi står overfor, forståelsen av den konflikten som et enstemmig FNs sikkerhetsråd ved gjentatte anledninger har omtalt som en trussel mot regional og internasjonal fred og sikkerhet. La meg derfor innledningsvis, før jeg orienterer om innretningen for Norges innsats i tiden fremover, få oppsummere noen hovedtrekk ved denne forståelsen nå i etterkant av det afghanske presidentvalget, i lys av og ikke minst etter den nylig avholdte Afghanistan-konferansen i London. Det sier seg selv at forståelsen av alle disse utfordringene Afghanistan står overfor, ikke kan være statisk. Det er krevende å følge denne komplekse utviklingen, fange opp nye trekk, nye realiteter – både politiske, sosiale, militære og strategiske – og så la dem prege ikke bare vår egen forståelse og strategi, men også retningen for det flernasjonale engasjementet som Norge er en del av. Like fullt, noen grunnleggende forhold preger forståelsen av utfordringene i starten av 2010, og la meg nevne ti slike forhold: For det første: Norges nærvær i Afghanistan skal bidra til sosial og økonomisk utvikling i landet og til stabilitet i regionen. Vi skal bidra til å bygge afghansk kapasitet til egen sikkerhet og utvikling, og vi skal styrke FNs koordinerende rolle. Målet vårt er å forhindre at Afghanistan utvikler seg til en base for internasjonal terror. Derfor må Afghanistan bli mer stabilt. Sosial og politisk nasjonsbygging og statsbygging i Afghanistan er ikke bare mål i seg selv; de er virkemidler for å bidra til stabilitet og til å fjerne trusselen mot afghanske barn, kvinner og menn – men også mot oss, det internasjonale samfunn, som Norge er en del av. For det andre: Det finnes ingen militær løsning på konflikten i Afghanistan. Alle komplekse konflikter er unike, men mot et historisk bakteppe kan det anføres at knapt noen sammenlignbar konflikt er avgjort med militære midler alene. Det må finnes en politisk løsning. Og den må være afghansk forankret. For det tredje: På veien mot en politisk løsning vil det militære nærværet være påkrevd – ikke for å kunne avgjøre konflikten alene, men for å skape et tilstrekkelig sikkerhetsrom der politisk og økonomisk utvikling er mulig, og som gjør det klart for opprørerne at de ikke kan og ikke vil vinne en militær seier. Skal det militære nærværet bidra til å skape dette rommet, som er nødvendig for å skape en politisk løsning, stiller det store krav til hvordan de militære styrkene opptrer. Befolkningen må oppleve at det militære nærværet skaper trygghet, ikke frykt. For det fjerde: Afghanerne må være de ledende aktører for en politisk løsning som må favne alle de grupper som utgjør det – for oss – komplekse afghanske samfunnet, og Afghanistans forhold til naboene i regionen. Derfor blir afghanske politiske forsonings- og reintegreringsprosesser så avgjørende i tiden som kommer, slik det ble fremhevet under den internasjonale Afghanistan-konferansen i London 28. januar i år. For det femte: Afghanerne må være de ledende aktører både når det gjelder egen sikkerhet, og når det gjelder økonomisk og sosial utvikling. Årtier med bistandserfaring har lært oss at nøkkelen til at de som mottar støtte, settes i stand til å videreføre prosjekter og satsinger på egen hånd. Derfor må vi – som er bidragsytere – i større grad bistå og i mindre grad gjøre. Vi bør vokte oss vel for å erstatte de afghanske løsningene vi ønsker å fremme. I stedet må vi bygge opp om dem, noe som av og til krever at vi er rede til å gå et skritt til siden og akseptere at afghanerne gjør ting på sin måte. For det sjette: Vi kan ikke se Afghanistan isolert. Det er avgjørende for landets stabilitet at regionen også er stabil, at Afghanistan og landets naboer styrker det regionale fellesskapet og tar et mye sterkere felles ansvar for regionens stabilitet. For det syvende: Vi må erkjenne noen lange linjer i historien som handler om hvor Afghanistan kommer fra, og hva vi realistisk kan forvente når afghanerne selv utøver en viktig rettighet – retten til å styre seg selv. Vi skal fremholde betydningen av de forpliktelsene landet har til å etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Men vi skal erkjenne at afghanerne også i fremtiden vil kunne fatte valg og vektlegge verdier som er oss fremmed, og som noen ganger byr oss direkte imot. For det åttende: Vi har et langsiktig perspektiv på våre bidrag i Afghanistan. Men vårt militære nærvær skal ikke vare lenger enn strengt tatt nødvendig. Det kan gradvis trappes ned i takt med at afghanske styrker selv kan ta ansvar for landets sikkerhet. Kursen er staket ut for en slik ansvarsoverføring. Men det er ikke mulig å angi en eksakt dato. Vi er nå inne i overgangsfasen til fullt afghansk ansvar. Norge handler ikke alene eller ensidig. Vi gikk inn med våre allierte, og vi vil trappe ned og avslutte det militære nærværet i en takt og en tone som er avstemt både med våre allierte og med afghanske myndigheter. For det niende: Vår debatt må ha øye for det sammensatte bildet som Afghanistan alltid vil være. I internasjonale medier er det opprørsanslagene som preger nyhetene. De er da også alvorlige, og de øker i antall, tar flere liv – militære, også norske, og i høyeste grad et økende antall afghanske sivile. Samtidig er en del av opprørernes strategi å la slike spektakulære angrep skape opplevelsen av kaos. I noen grad er antall trefninger også en konsekvens av at det militære nærværet har økt. Når ISAF og afghanske sikkerhetsstyrker nå er mer effektivt til stede i større deler av landet enn for noen år siden, øker også kontakten med opprørsgruppene. Flere trefninger betyr ikke alltid at situasjonen blir verre for den afghanske befolkningen. Men så må vi ikke glemme: Det finnes også et annet afghansk bilde, som ikke viser kaos et bilde som viser fremgang i levekår for millioner av afghanere. Vi skal ikke legge altfor mye i spørreundersøkelser, men det vil kanskje overraske at 70 pst. av afghanerne mener at landet beveger seg i riktig retning – ifølge en pålitelig meningsmåling fra januar på oppdrag for bl.a. BBC – mens den tilsvarende andel for ett år siden var 40 pst. Og for det tiende – og en siste forståelse, som må prege vår tilnærming til alle sider av den afghanske utfordringen: Kampen mot opprør, terror og ustabilitet blir aldri mer effektiv enn kvaliteten på den regjeringen vi ønsker å støtte. Vi må få til et mer gjensidig partnerskap der vi som bidrar utenfra, kan holde det afghanske lederskapet ansvarlig for bedre styresett, kamp mot korrupsjon, kamp mot narkotikavelde, og holde dem ansvarlig for arbeid for forsoning mellom afghanere. Samtidig kan lovlig valgte afghanske myndigheter holde oss, som altså bidrar utenfra, ansvarlig for bedre giverkoordinering, respekt for sivile liv og respekt for at afghanerne løser sine interessemotsetninger på afghansk vis – og ikke på diktat utenfra. Dette er bakteppet for de vurderingene vi nå gjør av den videre norske innsatsen i Afghanistan. Strategien for vår egen innsats er vi ansvarlig for selv. Men den skal passe inn i en bredere strategisk vev for FN, ISAF og NATO. Og så skal innsatsen stemme i forhold til de prioriteringene afghanerne selv bestemmer. Det siste halve året har brakt avklaringer – senest i slutten av januar under konferansen i London hvor afghanske myndigheter og det internasjonale samfunn ble enige om et felles kart for veien videre. Men vi skal erkjenne at operasjonen i Afghanistan er blant de mest komplekse som tenkes kan, både fordi oppgaven i Afghanistan i seg selv er kompleks fordi dette handler om et partnerskap med flere titalls deltakende stater. Samtidig er vi vitne til en posisjonering mellom globale og regionale makter som ser denne oppgaven i Afghanistan i sammenheng med et enda større strategisk bilde. Endringene i strategien, i kartet, er også tvunget fram av en negativ utvikling i landskapet – altså på bakken: I løpet av de siste par årene er sikkerhetssituasjonen blitt forverret. Også de humanitære organisasjonene og andre bistandsarbeidere opplever at situasjonen er vanskeligere. Vi ser at Taliban og andre opprørsgrupper styrkes, og vi ser en økning i antall angrep, hvor også Kabul rammes. Vi ser at antallet angrep på ISAF øker, og flere soldater har mistet livet de siste par årene enn tidligere. Av norske skal vi minnes med respekt Claes Joachim Olsson, som ble drept 25. januar i år, Trond Petter Kolset, i april 2009, Kristoffer Sørli Jørgensen, i november 2007, Tor Arne Lau-Henriksen, i juli 2007 og Tommy Rødningsby, som ble drept i mai 2004. De afghanske sikkerhetsstyrkene lider også tap, og som i alle væpnede konflikter rammes sivilbefolkningen aller Afghanistan er ikke noe unntak. Vi ser at mange angrep fra opprørerne bevisst blir rettet mot sivilbefolkningen. Så må vi spørre: Hva er årsakene til denne utviklingen? Igjen er svaret: De er sammensatte. For det første: Taliban og andre opprørsgrupper står militært sterkere. De har evne og kapasitet til å gjennomføre aksjoner over store områder av landet, også i nord. Taliban har etablert parallelle maktstrukturer i de fleste provinsene. Samtidig ser vi få tegn til at et flertall av afghanerne skulle ønske seg Taliban-styret tilbake. La meg så legge til at selve begrepet «Taliban» er sammensatt. Viktige deler av de opprørsaktivitetene vi ser, er inspirert og ført an av den Taliban-ledelsen som styrte landet fram til 2001, mens annen opprørsvirksomhet kommer fra andre grupper som enten er uavhengige av Taliban eller løsere tilknyttet. Atter andre opprørsstyrker er forankret i Afghanistans kompliserte vev av etniske og klanbaserte motsetninger. Så må vi i tillegg legge til noe som i sin tur er kriminelt motivert. Det er nødvendig at vi erkjenner denne kompleksiteten. Å redusere opprøret til kamp mot én enkelt motstander er en overforenkling av den afghanske virkeligheten vi står oppe i. For det andre: Opprørsstyrkene har lagt om sin krigføring. I større grad enn tidligere benyttes veibomber, selvmordsbombere og komplekse angrep. Det er en type krigføring der selve evnen til anslag er det sentrale, uten at det gir noen umiddelbar politisk eller territoriell gevinst. Mens det i 2004 ble registrert om lag 300 slike anslag, økte dette til over 7 000 i 2009. Opprørernes taktiske mål er ikke nødvendigvis å overta områder fra regjeringsstyrkene og ISAF, men snarere å slite ut oppslutningen om regjeringssiden samt å vise egen styrke. For det tredje: Afghanistans myndighetsstrukturer er fortsatt i støpeskjeen. De er svake og preges av manglende kontroll og innflytelse, særlig ute i provinsene og i distriktene. Fjorårets presidentvalg, som var preget av uregelmessigheter, bidro også til å svekke tilliten til president Karzai og hans regjering. Samtidig bør vi merke oss at det var afghanernes egne organer som avdekket uregelmessighetene og krevde gjennomføring av andre valgomgang. Dette viser tross alt at uavhengige institusjoner begynner å få et fotfeste i landet. For det fjerde: Det er tydelige tegn på økonomisk fremgang, men mange afghanere opplever at den økonomiske og sosiale utviklingen går for sakte. Befolkningen har opplevd 30 år med krig og ønsker synlige resultater av dagens omfattende internasjonale engasjement. At det går sakte fremover, skyldes de enorme behovene som finnes i dette verdens femte fattigste land, men også manglende kapasitet hos afghanske myndigheter, korrupsjon og en internasjonal innsats som fremdeles preges av egeninteresser og manglende koordinering. Men som nevnt er ikke bildet helt svart. Det finnes lysere trekk: bilder av jenter med ransler på vei til skolene, bilder av helsestasjoner som leverer, bilder av landets sikkerhetsstyrker som tar ansvar for sine innbyggere, og som håndterer kraftige voldsanslag i byene, og bilder av unge afghanere som i sin tro på en bedre fremtid skaper nye arenaer for politisk debatt. Da jeg sist besøkte Afghanistan i november, møtte jeg ildsjeler fra det sivile samfunn som mente at det var grunn til forsiktig optimisme. Afghanistan bygges, sakte, men sikkert, og det bør vi også ta inn over oss, slik vi har gjort ved tidligere Afghanistan-gjennomganger her i Stortinget. La meg ta noen flere eksempler: Over av alle afghanske barn går nå på skole, og nesten halvparten av unge mellom 15 og 19 år kan lese og skrive. Dette utgjør om lag syv millioner barn, sammenliknet med to millioner for noen få år siden. En fjerdedel av alle afghanske kvinner får nå assistanse av helsepersonell under fødsler. For kort tid siden fikk bare 16 pst. medisinsk assistanse. I dag er 95 pst. av alle barn under fem år vaksinert. En landsdekkende undersøkelse viser at 61 pst. av afghanerne tror at deres barn vil få et bedre liv enn de selv har hatt. Jordbruk er den viktigste næringsveien, og antallet afghanere som har tilgang til land for dyrking, steg med 8 prosentpoeng i perioden 2005–2008, til 55 pst. Denne økningen skyldes spesielt forbedrede irrigasjonssystemer. Infrastruktur er avgjørende for økonomisk utvikling, og arbeidet med å ferdigstille de nesten 2 000 kilometerne av den såkalte ringveien som knytter hele Afghanistan sammen, er snart ferdig. En jernbanelinje mellom Herat og Iran er under bygging, og flere andre store prosjekter er underveis. Over 70 pst. av Afghanistans befolkning befinner seg i umiddelbar nærhet til transportårer, og en undersøkelse viste at mer enn halvparten av alle husholdninger mener veiforholdene er blitt bedret de siste årene. Bedre veier betyr lettere tilgang til helsetjenester og bedre markedstilgang. I 2005 hadde 23 pst. av befolkningen tilgang til elektrisitet. I dag er andelen 42 pst. Når det gjelder allmenn sikkerhet, svarer hele 80 pst. av de spurte i en UNDP-initiert undersøkelse at de opplever sikkerhetssituasjonen som god der de bor. Valgene i august 2009 hadde sterke innslag av fusk og manipulering. Likevel: Mange afghanere, inkludert kvinner, utfordret opprørerne og valgte å avgi sin stemme. Vi så at valgkampanjer ble avholdt i store deler av landet og med langt bedre mediedekning og åpne debatter enn tidligere. Det offentlige rom er blitt større, og debattene er blitt friere. I en slik kontekst er dermed utviklingen i 2009 brakt noen steg videre i byggingen av demokratiske, politiske institusjoner. Parlamentet er blitt mer handlekraftig, noe vi så i januar da det avviste flere av kandidatene som president Karzai hadde foreslått til den nye regjeringen. En rekke tidligere bitre motstandere velger i dag å arbeide innenfor de politiske spillereglene som et demokratisk politisk system trekker opp. Dette er et viktig fremskritt i et krigsherjet Afghanistan. Oppbygging av offentlige institusjoner, støtte til politiske reformprosesser og koordinering av den sivile innsatsen er blant FNs hovedoppgaver i Afghanistan. Jeg vil igjen påpeke at FN kom for sent i gang med statsbyggingsarbeidet i landet. Dette er, sammen med noen av beslutningene om det afghanske styresettet som ble fattet under Bonn-konferansen i 2001, blant gårsdagens klare feil som vi har trukket med oss videre. I ettertid er det lett å se at en altfor fragmentert internasjonal innsats i starten, og altfor lite fokus på sivile og politiske behov, førte til at viktige år i arbeidet for et stabilt Afghanistan gikk tapt. Men London-konferansen viste vilje og evne til å se fremover. FNs spesialrepresentant Kai Eide har lagt ned en betydelig innsats i å fokusere og kraftsamle FNs engasjement og i å styrke den avgjørende politiske kontakten mellom FN og afghanske myndigheter. Eide høstet berettiget anerkjennelse for sitt arbeid for å styrke den sivile koordineringen, og han fortjener vår ros når hans toårsperiode nå går mot slutten. Samtidig møter FN stadig større utfordringer på bakken, og organisasjonen strever for å sikre de nødvendige ressurser og personell for å kunne utføre sin koordinerende og ledende rolle. Det var derfor avgjørende at FNs generalforsamling 24. desember i fjor en budsjettøkning på 60 pst. for UNAMA – altså FNs misjon i Afghanistan. Her har Norge bidratt aktivt, og vi vil fortsette å presse på for at FN-sekretariatet raskt besetter de ledige stillingene, slik at UNAMA får de redskapene som trengs for sammen med afghanske myndigheter å kunne koordinere innsatsen. Men, som alltid: FN blir ikke bedre enn hva medlemslandene gjør verdensorganisasjonen til. Fra norsk side har vi arbeidet kontinuerlig for å styrke koordineringen av den internasjonale innsatsen gjennom FN i Afghanistan og for å samkjøre best mulig med afghanske myndigheter. Denne linjen vil vi videreføre. Parlamentsvalg vil etter planen nå finne sted 18. september i år. Det er viktig for valgets legitimitet og folkets oppslutning om demokratiet at reformer iverksettes før dette valget, og at den lærdom som ble trukket av presidentvalget, blir innarbeidet i den videre prosessen. Vi støtter arbeidet for å sikre en uavhengig valgkommisjon. Bare på den måten kan vi være sikre på at fremtidige valg går rettferdig og riktig for seg, uten uregelmessigheter som i fjor. FN vil spille en avgjørende rolle i form av å gi teknisk støtte til de afghanske valginstitusjonene. Den internasjonale konferansen i London hadde som sitt motto «Afghansk lederskap – internasjonalt partnerskap» og var et klart uttrykk for at vi nå går inn i en ny fase, hvor særlig to forhold vil være viktig: for det første å få i stand en politisk prosess, og for det andre å innrette innsatsen på en slik måte at afghanske myndigheter kan ta større ansvar for egen sikkerhet og økonomisk utvikling. Dette er positivt og et uttrykk for en tilnærming som Norge lenge har arbeidet for. Hva gjelder det første punktet, det politiske, tok president Karzai til orde for å starte en freds- og forsoningsprosess. Han kunngjorde også planer for en «peace jirga», et fredsråd, hvor lederne fra alle stammer og etniske grupper skal samles. Dette er viktig, og det er et forsøk på å inkludere de grupper som ikke fikk delta i Bonn-prosessen i 2001, hvor bl.a. sentrale pashtuner-grupper var ekskludert. En freds- og forsoningsprosess bør det internasjonale samfunnet støtte, men det må være afghanerne selv som sitter i førersetet. Det må være deres ansvar å finne afghanske løsninger innenfor landets konstitusjon. Prosessen må inkludere alle grupper som utgjør det afghanske samfunn. UNAMA og afghanske myndigheter har også tatt til orde for en gjennomgang av den såkalte 1267-listen, en sanksjonsliste over bl.a. Taliban-medlemmer, som et tillitskapende tiltak i lys av den forestående politiske prosessen. For å støtte opp om freds- og forsoningsprosessen ble det i London lagt fram et nytt reintegreringsprogram og -fond. Til sammen kunngjorde det internasjonale samfunnet bidrag på om lag 140 mill. dollar – USD – til dette. Fra norsk side er vi positive til intensjonene, men vi har foreløpig ikke signalisert støtte, og dessuten ønsker vi å vite mer om bl.a. fondets innretning. Styrking av afghanske myndigheter både på militær og sivil side var det andre hovedtemaet i London. På sikkerhetssiden antydet president Karzai at de kunne overta ansvaret for sikkerheten i løpet av de neste to til tre årene. Det er et krevende løft. Kriteriene for dette behandles nå i NATO. Også på sivil side var det en økende erkjennelse av at større deler av innsatsen må dreies mot mer støtte gjennom afghanske budsjetter og en økt innsats for kapasitetsbygging og bedret styresett, slik at støtten får bedre effekt. Dette er synspunkter som Norge lenge har fremmet, og vi vil bidra til fortsatt å ha dette høyt på dagsordenen internasjonalt. En annen dimensjon ved London-konferansen var et sterkt fokus på antikorrupsjon. President Karzai gjorde det klart at dette fremover kommer til å bli hans hovedprioritering. Regjeringen har lagt fram en antikorrupsjonsstrategi som foreslår en styrket kommisjon som skal kunne etterforske, samt etablering av en uavhengig ekspertgruppe som skal utarbeide indikatorer. Konferanser, som i London, skaper forpliktelser, men historien har også vist at konferanser ikke er tilstrekkelig for å endre utviklingen i Afghanistan. Afghanske myndigheter bærer hovedansvaret for å skape de resultatene som ble lovet i London i januar. Bare på den måten sikrer vi nasjonal forankring, nødvendig legitimitet og bærekraftig utvikling. Afghanske myndigheter har imidlertid rett og grunn til å kreve bedre samordning fra det internasjonale samfunnets side. Det er et vedvarende problem at bare mellom 10 og 20 pst. av internasjonal sivil støtte går gjennom afghanske kanaler, og at øvrig støtte fordeles ut fra givernes prioriteringer mer enn afghanernes. General McChrystals – COMISAFs – gjennomgang av ISAFs militære strategi har vunnet gjennomslag i NATO og hos partnerne i ISAF. anbefaler en økning i både sivil og militær innsats for å sikre at afghanske myndigheter vil kunne ta ansvar for egen sikkerhet. President Obama har gitt sin tilslutning til hovedpunktene i COMISAFs tilrådninger, og den amerikanske styrkeoppbyggingen i Afghanistan har begynt. Det amerikanske nærværet styrkes med i overkant av 30 000 soldater. De fleste av disse vil i månedene fremover bli utplassert i de sørlige og østlige deler av landet, men det vil også innebære en amerikansk styrkeøkning i nord som vil åpne mulighetene for et tettere samarbeid for oss med USA. Styrkene vil ha som en av sine hovedoppgaver å beskytte sivilbefolkningen og å styrke kapasiteten til afghanske sikkerhetsstyrker. Dette er også en sentral del av ISAFs strategi. I dag deltar enheter fra den afghanske hæren i opp til 70 pst. av planlagte ISAF-operasjoner, og de leder halvparten av disse. Dette vitner om økt afghansk kapasitet som nå videreutvikles. På siste møte i samordningsorganet «Joint Coordination and Monitoring Board» i Kabul fikk afghanske myndigheter tilslutning til å øke styrkemålene for den afghanske hæren og politiet til til sammen 305 600 personell innen oktober 2011. Beslutningen fikk bred oppslutning under London-konferansen. USA vil påta seg finansieringskostnadene fram til og med 2010, og NATO kartlegger de ressursmessige implikasjonene av et slikt økt styrketak. Også den norske innsatsen vil i økende grad fokusere på slik kapasitetsbygging. Det er i og for seg ikke noe nytt. Norge har i flere år prioritert opplæring, rådgivning og veiledning i vårt arbeid overfor afghanske sikkerhetsstyrker og overfor politiet. I tråd med de føringer NATO og ISAF har lagt, vil både den norske militære innsatsen og innsatsen innen sivil sikkerhetssektor bli dreid ytterligere i retning av opplæring og veiledning de kommende årene. Som ledd i dette arbeidet tar Regjeringen sikte på å foreslå at det for årene 2010–2014 samlet bevilges rundt 660 mill. kr i støtte til opplæring, rådgivning og veiledning av afghanske sikkerhetsstyrker. Midlene overføres via de to fondene som er opprettet for den afghanske hæren, ANA, og politiet, ANP. En hovedutfordring for engasjementer som dette i Afghanistan er å få den sivile og den militære innsatsen til å fungere godt og ryddig sammen. I debatten om militær og sivil samordning kommer det ofte opp spørsmål om mandater, om hvor grensen går, og om hva som er riktig ansvarsdeling. Ett forhold som tas opp, er hvorvidt militære styrker også burde gis i oppgave å bistå direkte på det sivile området – som å levere mat eller å bygge veier. Vi må forfekte noen grunnleggende prinsipper i denne sammenheng: For Norge er det viktig å beskytte det humanitære rom. Det betyr at det er humanitære oppgaver som i størst mulig grad ikke bør blandes inn i politiske og militære strategier. Det gjelder i Afghanistan som i andre land hvor vi er engasjert. All erfaring og forskning viser at dette også gir best resultater på sikt. I et land som Afghanistan vil ulike

ja!

for representanten Anne Marit Bjørnflaten fra og med 9. februar og inntil videre. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Vararepresentanten, Martin Henriksen, innkalles for å møte i permisjonstiden. Martin Henriksen er til stede og vil ta sete.

Representanten Elizabeth Skogrand vil framsette et representantforslag.

På vegne av stortingsrepresentant Trine Skei Grande og meg selv vil jeg overrekke et representantforslag om bedre rusbehandling. Representanten Elizabeth Skogrand vil framsette et representantforslag.
Arve Kambe, Svein Harberg, André Oktay Dahl og jeg fremmer et representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier etter modell av det britiske CEOP-senteret. Da passer det jo godt at det er den internasjonale Sikker internettdag i dag. Representanten Svein Flåtten vil framsette et representantforslag.

Jeg vil ikke fremsette ett, men faktisk to representantforslag. Det første er fra representantene Anne Karin Olli, Elisabeth Røbekk Nørve, Arve Kambe og meg selv om samfiske for kystflåten. Det andre er fra representantene Elisabeth Røbekk Nørve, Arve Kambe og undertegnede om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister mer attraktivt og konkurransedyktig. Da har representanten Svein

av de utfordringene vi står overfor, forståelsen av den konflikten som et enstemmig FNs sikkerhetsråd ved gjentatte anledninger har omtalt som en trussel mot regional og internasjonal fred og sikkerhet. La meg derfor innledningsvis, før jeg orienterer om innretningen for Norges innsats i tiden fremover, få oppsummere noen hovedtrekk ved denne forståelsen nå i etterkant av det afghanske presidentvalget, i lys av og ikke minst etter den nylig avholdte Afghanistan-konferansen i London. Det sier seg selv at forståelsen av alle disse utfordringene Afghanistan står overfor, ikke kan være statisk. Det er krevende å følge denne komplekse utviklingen, fange opp nye trekk, nye realiteter – både politiske, sosiale, militære og strategiske – og så la dem prege ikke bare vår egen forståelse og strategi, men også retningen for det flernasjonale engasjementet som Norge er en del av. Like fullt, noen grunnleggende forhold preger forståelsen av utfordringene i starten av 2010, og la meg nevne ti slike forhold: For det første: Norges nærvær i Afghanistan skal bidra til sosial og økonomisk utvikling i landet og til stabilitet i regionen. Vi skal bidra til å bygge afghansk kapasitet til egen sikkerhet og utvikling, og vi skal styrke FNs koordinerende rolle. Målet vårt er å forhindre at Afghanistan utvikler seg til en base for internasjonal terror. Derfor må Afghanistan bli mer stabilt. Sosial og politisk nasjonsbygging og statsbygging i Afghanistan er ikke bare mål i seg selv; de er virkemidler for å bidra til stabilitet og til å fjerne trusselen mot afghanske barn, kvinner og menn – men også mot oss, det internasjonale samfunn, som Norge er en del av. For det andre: Det finnes ingen militær løsning på konflikten i Afghanistan. Alle komplekse konflikter er unike, men mot et historisk bakteppe kan det anføres at knapt noen sammenlignbar konflikt er avgjort med militære midler alene. Det må finnes en politisk løsning. Og den må være afghansk forankret. For det tredje: På veien mot en politisk løsning vil det militære nærværet være påkrevd – ikke for å kunne avgjøre konflikten alene, men for å skape et tilstrekkelig sikkerhetsrom der politisk og økonomisk utvikling er mulig, og som gjør det klart for opprørerne at de ikke kan og ikke vil vinne en militær seier. Skal det militære nærværet bidra til å skape dette rommet, som er nødvendig for å skape en politisk løsning, stiller det store krav til hvordan de militære styrkene opptrer. Befolkningen må oppleve at det militære nærværet skaper trygghet, ikke frykt. For det fjerde: Afghanerne må være de ledende aktører for en politisk løsning som må favne alle de grupper som utgjør det – for oss – komplekse afghanske samfunnet, og Afghanistans forhold til naboene i regionen. Derfor blir afghanske politiske forsonings- og reintegreringsprosesser så avgjørende i tiden som kommer, slik det ble fremhevet under den internasjonale Afghanistan-konferansen i London 28. januar i år. For det femte: Afghanerne må være de ledende aktører både når det gjelder egen sikkerhet, og når det gjelder økonomisk og sosial utvikling. Årtier med bistandserfaring har lært oss at nøkkelen til fremgang ligger i kapasitetsbygging: at de som mottar støtte, settes i stand til å videreføre prosjekter og satsinger på egen hånd. Derfor må vi – som er bidragsytere – i større grad bistå og i mindre grad gjøre. Vi bør vokte oss vel for å erstatte de afghanske løsningene vi ønsker å fremme. I stedet må vi bygge opp om dem, noe som av og til krever at vi er rede til å gå et skritt til siden og akseptere at afghanerne gjør ting på sin måte. For det sjette: Vi kan ikke se Afghanistan isolert. Det er avgjørende for landets stabilitet at regionen også er stabil, at Afghanistan og landets naboer styrker det regionale fellesskapet og tar et mye sterkere felles ansvar for regionens stabilitet. For det syvende: Vi må erkjenne noen lange linjer i historien som handler om hvor Afghanistan kommer fra, og hva vi realistisk kan forvente når afghanerne selv utøver en viktig rettighet – retten til å styre seg selv. Vi skal fremholde betydningen av de forpliktelsene landet har til å etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Men vi skal erkjenne at afghanerne også i fremtiden vil kunne fatte valg og vektlegge verdier som er oss fremmed, og som noen ganger byr oss direkte imot. For det åttende: Vi har et langsiktig perspektiv på våre bidrag i Afghanistan. Men vårt militære nærvær skal ikke vare Det kan gradvis trappes ned i takt med at afghanske styrker selv kan ta ansvar for landets sikkerhet. Kursen er staket ut for en slik ansvarsoverføring. Men det er ikke mulig å angi en eksakt dato. Vi er nå inne i overgangsfasen til fullt afghansk ansvar. Norge handler ikke alene eller ensidig. Vi gikk inn med våre allierte, og vi vil trappe ned og avslutte det militære nærværet i en takt og en tone som er avstemt både med våre allierte og med afghanske myndigheter. For det niende: Vår debatt må ha øye for det sammensatte bildet som Afghanistan alltid vil være. I internasjonale medier er det opprørsanslagene som preger nyhetene. De er da også alvorlige, og de øker i antall, tar flere liv – militære, også norske, og i høyeste grad et økende antall afghanske sivile. Samtidig er en del av opprørernes strategi å la slike spektakulære angrep skape opplevelsen av kaos. I noen grad er antall trefninger også en konsekvens av at det militære nærværet har økt. Når ISAF og afghanske sikkerhetsstyrker nå er mer effektivt til stede i større deler av landet enn for noen år siden, øker også kontakten med opprørsgruppene. Flere trefninger betyr ikke alltid at situasjonen blir verre for den afghanske befolkningen. Men så må vi ikke glemme: Det finnes også et annet afghansk bilde, som ikke viser kaos et bilde som viser fremgang i levekår for millioner av afghanere. Vi skal ikke legge altfor mye i spørreundersøkelser, men det vil kanskje overraske at 70 pst. av afghanerne mener at landet beveger seg i riktig retning – ifølge en pålitelig meningsmåling fra januar på oppdrag for bl.a. BBC – mens den tilsvarende andel for ett år siden var 40 pst. Og for det tiende – og en siste forståelse, som må prege vår tilnærming til alle sider av den afghanske utfordringen: Kampen mot opprør, terror og ustabilitet blir aldri mer effektiv enn kvaliteten på den regjeringen vi ønsker å støtte. Vi må få til et mer gjensidig partnerskap der vi som bidrar utenfra, kan holde det afghanske lederskapet ansvarlig for bedre styresett, kamp mot korrupsjon, kamp mot narkotikavelde, og holde dem ansvarlig for arbeid for forsoning mellom afghanere. Samtidig kan lovlig valgte afghanske myndigheter holde oss, som altså bidrar utenfra, ansvarlig for bedre giverkoordinering, respekt for sivile liv og respekt for at afghanerne løser sine interessemotsetninger på afghansk vis – og ikke på diktat utenfra. Dette er bakteppet for de vurderingene vi nå gjør av den videre norske innsatsen i Afghanistan. Strategien for vår egen innsats er vi ansvarlig for selv. Men den skal passe inn i en bredere strategisk vev for FN, ISAF og NATO. Og så skal innsatsen stemme i forhold til de prioriteringene afghanerne selv bestemmer. Det siste halve året har brakt avklaringer – senest i slutten av januar under konferansen i London hvor afghanske myndigheter og det internasjonale samfunn ble enige om et felles kart for veien videre. Men vi skal erkjenne at operasjonen i Afghanistan er blant de mest komplekse som tenkes kan, både fordi oppgaven i Afghanistan i seg selv er kompleks fordi dette handler om et partnerskap med flere titalls deltakende stater. Samtidig er vi vitne til en posisjonering mellom globale og regionale makter som ser denne oppgaven i Afghanistan i sammenheng med et enda større strategisk bilde. Endringene i strategien, i kartet, er også tvunget fram av en negativ utvikling i landskapet – altså på bakken: I løpet av de siste par årene er sikkerhetssituasjonen blitt forverret. Også de humanitære organisasjonene og andre bistandsarbeidere opplever at situasjonen er vanskeligere. Vi ser at Taliban og andre opprørsgrupper styrkes, og vi ser en økning i antall angrep, hvor også Kabul rammes. Vi ser at antallet angrep på ISAF øker, og flere soldater har mistet livet de siste par årene enn tidligere. Av norske skal vi minnes med respekt Claes Joachim Olsson, som ble drept 25. januar i år, Trond Petter Kolset, i april 2009, Kristoffer Sørli Jørgensen, i november 2007, Tor Arne Lau-Henriksen, i juli 2007 og Tommy Rødningsby, som ble drept i mai 2004. De afghanske sikkerhetsstyrkene lider også tap, og som i alle væpnede konflikter rammes sivilbefolkningen aller Afghanistan er ikke noe unntak. Vi ser at mange angrep fra opprørerne bevisst blir rettet mot sivilbefolkningen. Så må vi spørre: Hva er årsakene til denne utviklingen? Igjen er svaret: De er sammensatte. For det første: Taliban og andre opprørsgrupper står militært sterkere. De har evne og kapasitet til å gjennomføre aksjoner over store områder av landet, også i nord. Taliban har etablert parallelle maktstrukturer i de fleste provinsene. Samtidig ser vi få tegn til at et flertall av afghanerne skulle ønske seg Taliban-styret tilbake. La meg så legge til at selve begrepet «Taliban» er sammensatt. Viktige deler av de opprørsaktivitetene vi ser, er inspirert og ført an av den Taliban-ledelsen som styrte landet fram til 2001, mens annen opprørsvirksomhet kommer fra andre grupper som enten er uavhengige av Taliban eller løsere tilknyttet. Atter andre opprørsstyrker er forankret i Afghanistans kompliserte vev av etniske og klanbaserte motsetninger. Så må vi i tillegg legge til noe som i sin tur er kriminelt motivert. Det er nødvendig at vi erkjenner denne kompleksiteten. Å redusere opprøret til kamp mot én enkelt motstander er en overforenkling av den afghanske virkeligheten vi står oppe i. For det andre: Opprørsstyrkene har lagt om sin krigføring. I større grad enn tidligere benyttes veibomber, selvmordsbombere og komplekse angrep. Det er en type krigføring der selve evnen til anslag er det sentrale, uten at det gir noen umiddelbar politisk eller territoriell gevinst. Mens det i 2004 ble registrert om lag 300 slike anslag, økte dette til over 7 000 i 2009. Opprørernes taktiske mål er ikke nødvendigvis å overta områder fra regjeringsstyrkene og ISAF, men snarere å slite ut oppslutningen om regjeringssiden samt å vise egen styrke. For det tredje: Afghanistans myndighetsstrukturer er fortsatt i støpeskjeen. De er svake og preges av manglende kontroll og innflytelse, særlig ute i provinsene og i distriktene. Fjorårets presidentvalg, som var preget av uregelmessigheter, bidro også til å svekke tilliten til president Karzai og hans regjering. Samtidig bør vi merke oss at det var afghanernes egne organer som avdekket uregelmessighetene og krevde gjennomføring av andre valgomgang. Dette viser tross alt at uavhengige institusjoner begynner å få et fotfeste i landet. For det fjerde: Det er tydelige tegn på økonomisk fremgang, men mange afghanere opplever at den økonomiske og sosiale utviklingen går for sakte. Befolkningen har opplevd 30 år med krig og ønsker synlige resultater av dagens omfattende internasjonale engasjement. At det går sakte fremover, skyldes de enorme behovene som finnes i dette verdens femte fattigste land, men også manglende kapasitet hos afghanske myndigheter, korrupsjon og en internasjonal innsats som fremdeles preges av egeninteresser og manglende koordinering. Men som nevnt er ikke bildet helt svart. Det finnes lysere trekk: bilder av jenter med ransler på vei til skolene, bilder av helsestasjoner som leverer, bilder av landets sikkerhetsstyrker som tar ansvar for sine innbyggere, og som håndterer kraftige voldsanslag i byene, og bilder av unge afghanere som i sin tro på en bedre fremtid skaper nye arenaer for politisk debatt. Da jeg sist besøkte Afghanistan i november, møtte jeg ildsjeler fra det sivile samfunn som mente at det var grunn til forsiktig optimisme. Afghanistan bygges, sakte, men sikkert, og det bør vi også ta inn over oss, slik vi har gjort ved tidligere Afghanistan-gjennomganger her i Stortinget. La meg ta noen flere eksempler: Over halvparten av alle afghanske barn går nå på skole, og nesten halvparten av unge mellom 15 og 19 år kan lese og skrive. Dette utgjør om lag syv millioner barn, sammenliknet med to millioner for noen få år siden. En fjerdedel av alle afghanske kvinner får nå assistanse av helsepersonell under fødsler. For kort tid siden fikk bare 16 pst. medisinsk assistanse. I dag er 95 pst. av alle barn under fem år vaksinert. En landsdekkende undersøkelse viser at 61 pst. av afghanerne tror at deres barn vil få et bedre liv enn de selv har hatt. Jordbruk er den viktigste næringsveien, og antallet afghanere som har tilgang til land for dyrking, steg med 8 prosentpoeng i perioden 2005–2008, til 55 pst. Denne økningen skyldes spesielt forbedrede irrigasjonssystemer. Infrastruktur er avgjørende for økonomisk utvikling, og arbeidet med å ferdigstille de nesten 2 000 kilometerne av den såkalte ringveien som knytter hele Afghanistan sammen, er snart ferdig. En jernbanelinje mellom Herat og Iran er under bygging, og flere andre store prosjekter er underveis. Over 70 pst. av Afghanistans befolkning befinner seg i umiddelbar nærhet til transportårer, og en undersøkelse viste at mer enn halvparten av alle husholdninger mener veiforholdene er blitt bedret de siste årene. Bedre veier betyr lettere tilgang til helsetjenester og bedre markedstilgang. I 2005 hadde 23 pst. av befolkningen tilgang til elektrisitet. I dag er andelen Når det gjelder allmenn sikkerhet, svarer hele 80 pst. av de spurte i en UNDP-initiert undersøkelse at de opplever sikkerhetssituasjonen som god der de bor. Valgene i august 2009 hadde sterke innslag av fusk og manipulering. Likevel: Mange afghanere, inkludert kvinner, utfordret opprørerne og valgte å avgi sin stemme. Vi så at valgkampanjer ble avholdt i store deler av landet og med langt bedre mediedekning og åpne debatter enn tidligere. Det offentlige rom er blitt større, og debattene er blitt friere. I en slik kontekst er dermed utviklingen i 2009 brakt noen steg videre i byggingen av demokratiske, politiske institusjoner. Parlamentet er blitt mer handlekraftig, noe vi så i januar da det avviste flere av kandidatene som president Karzai hadde foreslått til den nye regjeringen. En rekke tidligere bitre motstandere velger i dag å arbeide innenfor de politiske spillereglene som et demokratisk politisk system trekker opp. Dette er et viktig fremskritt i et krigsherjet Afghanistan. Oppbygging av offentlige institusjoner, støtte til politiske reformprosesser og koordinering av den sivile innsatsen er blant FNs hovedoppgaver i Afghanistan. Jeg vil igjen påpeke at FN kom for sent i gang med statsbyggingsarbeidet i landet. Dette er, sammen med noen av beslutningene om det afghanske styresettet som ble fattet under Bonn-konferansen i 2001, blant gårsdagens klare feil som vi har trukket med oss videre. I ettertid er det lett å se at en altfor fragmentert internasjonal innsats i starten, og altfor lite fokus på sivile og politiske behov, førte til at viktige år i arbeidet for et stabilt Afghanistan gikk tapt. Men London-konferansen viste vilje og evne til å se fremover. FNs spesialrepresentant Kai Eide har lagt ned en betydelig innsats i å fokusere og kraftsamle FNs engasjement – og i å styrke den avgjørende politiske kontakten mellom FN og afghanske myndigheter. Eide høstet berettiget anerkjennelse for sitt arbeid for å styrke den sivile koordineringen, og han fortjener vår ros når hans toårsperiode nå går mot slutten. Samtidig møter FN stadig større utfordringer på bakken, og organisasjonen strever for å sikre de nødvendige ressurser og personell for å kunne utføre sin koordinerende og ledende rolle. Det var derfor avgjørende at FNs generalforsamling 24. desember i fjor godkjente en budsjettøkning på 60 pst. for UNAMA – altså FNs misjon i Afghanistan. Her har Norge bidratt aktivt, og vi vil fortsette å presse på for at FN-sekretariatet raskt besetter de ledige stillingene, slik at UNAMA får de redskapene som trengs for sammen med afghanske myndigheter å kunne koordinere innsatsen. Men, som alltid: FN blir ikke bedre enn hva medlemslandene gjør verdensorganisasjonen til. Fra norsk side har vi arbeidet kontinuerlig for å styrke koordineringen av den internasjonale innsatsen gjennom FN i Afghanistan og for å samkjøre best mulig med afghanske myndigheter. Denne linjen vil vi videreføre. Parlamentsvalg vil etter planen nå finne sted 18. september i år. Det er viktig for valgets legitimitet og folkets oppslutning om demokratiet at reformer iverksettes før dette valget, og at den lærdom som ble trukket av presidentvalget, blir innarbeidet i den videre prosessen. Vi støtter arbeidet for å sikre en uavhengig valgkommisjon. Bare på den måten kan vi være sikre på at fremtidige valg går rettferdig og riktig for seg, uten uregelmessigheter som i fjor. FN vil spille en avgjørende rolle i form av å gi teknisk støtte til de afghanske valginstitusjonene. Den internasjonale konferansen i London hadde som sitt motto «Afghansk lederskap – internasjonalt partnerskap» og var et klart uttrykk for at vi nå går inn i en ny fase, hvor særlig to forhold vil være viktig: for det første å få i stand en politisk prosess, og for det andre å innrette innsatsen på en slik måte at afghanske myndigheter kan ta større ansvar for egen sikkerhet og økonomisk utvikling. Dette er positivt og et uttrykk for en tilnærming som Norge lenge har arbeidet for. Hva gjelder det første punktet, det politiske, tok president Karzai til orde for å starte en freds- og forsoningsprosess. Han kunngjorde også planer for en «peace jirga», et fredsråd, hvor lederne fra alle stammer og etniske grupper skal samles. Dette er viktig, og det er et forsøk på å inkludere de grupper som ikke fikk delta i Bonn-prosessen i 2001, hvor bl.a. sentrale pashtuner-grupper var ekskludert. En freds- og forsoningsprosess men det må være afghanerne selv som sitter i førersetet. Det må være deres ansvar å finne afghanske løsninger innenfor landets konstitusjon. Prosessen må inkludere alle grupper som utgjør det afghanske samfunn. UNAMA og afghanske myndigheter har også tatt til orde for en gjennomgang av den såkalte 1267-listen, en sanksjonsliste over bl.a. Taliban-medlemmer, som et tillitskapende tiltak i lys av den forestående politiske prosessen. For å støtte opp om freds- og forsoningsprosessen ble det i London lagt fram et nytt reintegreringsprogram og -fond. Til sammen kunngjorde det internasjonale samfunnet bidrag på om lag 140 mill. dollar – USD – til dette. Fra norsk side er vi positive til intensjonene, men vi har foreløpig ikke signalisert støtte, og dessuten ønsker vi å vite mer om bl.a. fondets innretning. Styrking av afghanske myndigheter både på militær og sivil side var det andre hovedtemaet i London. På sikkerhetssiden antydet president Karzai at de kunne overta ansvaret for sikkerheten i løpet av de neste to til tre årene. Det er et krevende løft. Kriteriene for dette behandles nå i NATO. Også på sivil side var det en økende erkjennelse av at større deler av innsatsen må dreies mot mer støtte gjennom afghanske budsjetter og en økt innsats for kapasitetsbygging og bedret styresett, slik at støtten får bedre effekt. Dette er synspunkter som Norge lenge har fremmet, og vi vil bidra til fortsatt å ha dette høyt på dagsordenen internasjonalt. En annen dimensjon ved London-konferansen var et sterkt fokus på antikorrupsjon. President Karzai gjorde det klart at dette fremover kommer til å bli hans hovedprioritering. Regjeringen har lagt fram en antikorrupsjonsstrategi som foreslår en styrket kommisjon som skal kunne etterforske, samt etablering av en uavhengig ekspertgruppe som skal som i London, skaper forpliktelser, men historien har også vist at konferanser ikke er tilstrekkelig for å endre utviklingen i Afghanistan. Afghanske myndigheter bærer hovedansvaret for å skape de resultatene som ble lovet i London i januar. Bare på den måten sikrer vi nasjonal forankring, nødvendig legitimitet og bærekraftig utvikling. Afghanske myndigheter har imidlertid rett og grunn til å kreve bedre samordning det internasjonale samfunnets side. Det er et vedvarende problem at bare mellom 10 og 20 pst. av internasjonal sivil støtte går gjennom afghanske kanaler, og at øvrig støtte fordeles ut fra givernes prioriteringer mer enn afghanernes. General McChrystals – COMISAFs – gjennomgang av ISAFs militære strategi har vunnet gjennomslag i NATO og hos partnerne i ISAF. McChrystal anbefaler en økning i både sivil og militær innsats for å sikre at afghanske myndigheter vil kunne ta ansvar for egen sikkerhet. President Obama har gitt sin tilslutning til hovedpunktene i COMISAFs tilrådninger, og den amerikanske styrkeoppbyggingen i Afghanistan har begynt. Det amerikanske nærværet styrkes med i overkant av 30 000 soldater. De fleste av disse vil i månedene fremover bli utplassert i de sørlige og østlige deler av landet, men det vil også innebære en amerikansk styrkeøkning i nord som vil åpne mulighetene for et tettere samarbeid for oss med USA. Styrkene vil ha som en av sine hovedoppgaver å beskytte sivilbefolkningen og å styrke kapasiteten til afghanske sikkerhetsstyrker. Dette er også en sentral del av ISAFs strategi. I dag deltar enheter fra den afghanske hæren i opp til 70 pst. av planlagte ISAF-operasjoner, og de leder halvparten av disse. Dette vitner om økt afghansk kapasitet som nå videreutvikles. På siste møte i samordningsorganet i Kabul fikk afghanske myndigheter tilslutning til å øke styrkemålene for den afghanske hæren og politiet til til sammen 305 600 personell innen oktober 2011. Beslutningen fikk bred oppslutning under London-konferansen. USA vil påta seg finansieringskostnadene fram til og med 2010, og NATO kartlegger de ressursmessige implikasjonene av et slikt økt styrketak. Også den norske innsatsen vil i økende grad fokusere på slik kapasitetsbygging. Det er i og for seg ikke noe nytt. Norge har i flere år prioritert opplæring, rådgivning og veiledning i vårt arbeid overfor afghanske sikkerhetsstyrker og overfor politiet. I tråd med de føringer NATO og ISAF har lagt, vil både den norske militære innsatsen og innsatsen innen sivil sikkerhetssektor bli dreid ytterligere i retning av opplæring og veiledning de kommende årene. Som ledd i dette arbeidet tar Regjeringen sikte på å foreslå at det for årene 2010–2014 samlet bevilges rundt i støtte til opplæring, rådgivning og veiledning av afghanske sikkerhetsstyrker. Midlene overføres via de to fondene som er opprettet for den afghanske hæren, ANA, og politiet, ANP. En hovedutfordring for engasjementer som dette i Afghanistan er å få den sivile og den militære innsatsen til å fungere godt og ryddig sammen. I debatten om militær og sivil samordning kommer det ofte opp spørsmål om mandater, om hvor grensen går, og om hva som er riktig ansvarsdeling. Ett forhold som tas opp, er hvorvidt militære styrker også burde gis i oppgave å bistå direkte på det sivile området – som å levere mat eller å bygge veier. Vi må forfekte noen grunnleggende prinsipper i denne sammenheng: For Norge er det viktig å beskytte det humanitære rom. Det betyr at det er humanitære oppgaver som i størst mulig grad ikke bør blandes inn i politiske og militære strategier. Det gjelder i Afghanistan som i andre land hvor vi er engasjert. All erfaring og forskning viser at dette også gir best resultater på sikt. I et land som Afghanistan vil ulike